redusert. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det har i det siste vore mykje diskusjon og

og kompetanse både i næringslivet og hos arbeidstakarane, ja så er det ein minst like rett og viktig strategi for Noreg, sidan kostnadsnivået vårt som kjent kan opplevast som både høgt og krevjande. Når det er sagt, må det understrekast at trass i dette går norsk næringsliv ikkje så aller verst, nettopp fordi konkurransekrafta i norsk næringsliv er relativt høg. Men det må me på ingen måte slå oss til ro med, for Noreg går neppe fri dei økonomisk usikre tidene som truar store delar av Europa nettopp i desse tider. Vårt svar på dette må vera å mobilisera dei menneskelege ressursane fullt ut. Eg er samd med interpellanten i at det er viktig at me heile tida samanliknar oss med andre land for å avklara kva vår styrke avklara kva vår styrke er, og kor vår eventuelle sårbarheit er. Men i denne interpellasjonen – og særleg i diverse avisinnlegg i det siste – prøver representanten Warloe å teikne eit bilete av at det står alarmerande dårleg til med både forskingsinnsatsen og innovasjonsevna i Noreg. Sjølv om den privatfinansierte forskinga ligg langt under det forventa nivået på 2 pst. av BNP,

per innbyggjar som er best i Norden, og han ligg om lag 20 pst. over det landet som ligg som nummer to. Sjølv om Noreg også er blant dei beste landa i Europa på offentleg finansiert forsking, er heller ikkje dette noko godt bilete av stoda, sidan den privatfinansierte forskinga i Noreg, som sagt, ikkje er god nok. Warloe si tilnærming til temaet styrkjer oss i inntrykket av at Høgre også på dette politikkområdet opptrer på ein svært smalspora og forenkla måte. Alle som tek eit lite blikk inn i den komplekse forskingsverda, oppdagar fort at det kan vera krevjande å finna indikatorar som gir eit fullstendig bilete av stoda. Det har regjeringa teke konsekvensen av og la difor i år fram det første Forskingsbarometeret skal vera ei årleg oppdatering og ei påliteleg kjelde til heilskapleg informasjon om stoda i norsk forsking. I motsetning til Høgre og Warloe si smalspora tilnærming vil barometeret byggja på heile 24 ulike indikatorar for å vurdera norsk forsking og innovasjonsevne. For å illustrera den breie

seks byggjeklossane me skal møta dei globale utfordringane, me skal sikra våre nasjonale velferdsutfordringar og me skal skapa framtidige arbeidsplassar. Så regjeringa har ei svært brei og Når det gjeld om Noreg er spesielt dårleg på kommersialisering av oppnådde forskingsresultat samanlikna med andre land, er dette i høgste grad usikkert, kort og godt fordi det er lite statistikk på området som er eldre enn eit par år. Men det som finst, viser ein sterk vekst av kommersialisering målt i bedriftsetableringar og i lisensiering, både nasjonalt og internasjonalt dei siste åra. Vår oppmoding til Henning Warloe og Høgre er altså å vera nyanserte i omtalen av norske forskingsmiljø. Det har våre gode forskarar krav på. Det er en viktig sak interpellanten reiser, og han skal ha honnør for det. skal også ha honnør for at han i sitt første innlegg legger vekt på at også generisk kunnskapsoppbygging og forskning er viktig for næringslivet, selv om det kanskje ikkje ser sånn ut i et bedriftsøkonomisk perspektiv. Men det er også viktig på lang sikt. Så er jeg glad for at statsråden snakker om to av de tre prosentene som skal gå til forskning. Når regjeringen snakker om det, er det noen ganger litt usikkert om det er et mål eller ikke også når statssekretær Kyrre Lekve kaller målet meningsløst og mener at en tidfesting av måloppnåelsen er et idiotisk forslag. Så jeg håper at statsråden informerer også statssekretæren om at 3 pst.-målet står fast. Så har jeg lyst til å nevne at én ting er at vi har noen utfordringer når det gjelder innovasjonskraften i Norge. Men en av de

i motsetning til det EU definerer det som å være. Så tror jeg at når det gjelder de utfordringene som vi ser i forhold til å skape innovasjon og nye arbeidsplasser, i utdanning og kompetanse som norske forskere framskaffer, må vi heller ikke glemme at dette nok også handler litt om næringslivet – selv om dette ikke er en finansdebatt. Men det er klart at når vi har de skatteregimene vi har i Norge, er det naturlig at en del store, tunge, kapitalintensive næringer ikke kan drives i Norge, men drives i utlandet. Kompetanse er et internasjonalt fenomen akkurat som kapital er det. Vi er nok, tror jeg, bedre på kompetanse så det er nok også noe vi må ta med. Så er det også sånn at særlig mye av de mest åpenbare kompetanseframskrittene jo skjer innen teknologifeltet. Nå er det engang sånn at det er ikke så fryktelig mange arbeidsledige teknologer i Norge som står klare til å utnytte disse innovasjonene. Det skal vi jo diskutere i uken som kommer. Men skal vi ha innovasjon, må vi ha arbeidskraft til å jobbe i disse bedriftene. Så er det åpenbart at dette handler om mer penger. Men hvis vi ser på de evalueringene som Forskningsrådet har lagt fram i dag, får de store, tunge, spisse miljøene som har litt masse, gjennomgående veldig gode tilbakemeldinger. Men vi smører forskningsmiljøene tynnest mulig utover brødskiva, og på hvert eneste nes og i hvert eneste dalføre i Norge – det gjør noe med den kvaliteten vi kan forvente å oppnå. Så dette handler åpenbart om mer penger på de rette feltene, rette feltene, til de rette disiplinene, men det handler også om å bruke pengene riktig, noe jeg mener at det er godt belegg for å si etter å ha lest evalueringen som Forskningsrådet i dag har offentliggjort. Skal vi lykkes med dette, må vi levere forskning på høyt internasjonalt nivå, delta i internasjonale Da først vil kompetansen være av en sånn kvalitet og den nyvinningen være av en sånn kvalitet at de kan overleve også i et internasjonalt marked. Da nytter det ikke å tro at det holder å gjennomføre kretsmesterskap; da må vi ha norgesmesterskap, og da må vi ha større nasjonale rammer for den jobben vi gjør. Jeg har bare lyst til å trekke fram ett veldig konkret eksempel. Vi vet og EU vet at helse- og velferdsforskning kommer til å bli en ny innovativ næringsvei i framtiden. I Norge har vi valgt å dele ut en betydelig del av helse- og velferdsforskningsmidlene gjennom de regionale helseforetakene, som inntil forholdsvis nylig har hatt begrenset myndighet til det. Jeg mener at det hadde vært mer formålstjenlig også i et innovasjonsperspektiv å samle de pengene i en nasjonal konkurransearena.

rett før oss, som jo også var en interessant debatt som gikk på akkurat samme tema, og som mange stortingsrepresentanter deltok i med stort engasjement. Det er jo fint; det viser at det også er folk utenfor vår komité som er opptatt av forskning og kunnskapsutvikling og ikke minst av koblingen til verdiskapning. Så synes jeg, jeg kunne nesten si, som alltid, Tord Lien hadde et veldig interessant innlegg om forskning. Jeg har jo også forberedt noen tall her og kunne f.eks. si at i 2009 var den offentlige finansieringen av FoU-utgifter i Norge på 9,6 pst. av den totale forskningsaktiviteten i næringslivet, mens Danmark lå på 2 pst. og Finland på 2,5 pst. Men den delen av innlegget har jeg nå ikke holdt – for nå trekker jeg meg litt tilbake. Så kommer vi tilbake under vår egen budsjettdebatt, og så har vi en, ikke ryddigere, men litt breiere tilnærming til hvordan vi skal måle denne viktige aktiviteten på en ikke ryddigere, men litt breiere tilnærming til hvordan vi skal måle denne viktige aktiviteten på en god måte. I den sammenheng hadde jo ikke minst Tord Lien noen gode fabuleringer omkring hvordan vi gjør det på best mulig måte. Men tilbake til sjølve interpellasjonen fra Henning Warloe. Jeg har noen få spørsmål som jeg gjerne kunne tenke meg å få noen kommentarer til. For det første For det første kritiserer Warloe regjeringa for at regjeringa stadig øremerker noe mer. Jeg er glad for, jeg, at vi har en regjering som er veldig opptatt av at all den politikkutvikling som regjeringa gjør, og alle de tiltakene som følger som en konsekvens av de politiske satsingsområdene, skal være kunnskapsbaserte. Slik sett er det da en bestilling av FoU som regjeringa gjør, nettopp for å få de best mulige forutsetninger for å for å utvikle klok politikk og ikke minst få på plass riktig virkemiddelsett. Så noe av den øremerkingsdiskusjonen som på den måten her, i slike forskningsdebattsammenhenger, blir trukket fram som noe negativt, vil jeg si er noe positivt i sjøl, og jeg har lyst til å gi regjeringa æren for at den nettopp er såpass bevisst på å være kunnskapsbasert i politikken sin. For det andre ble jeg litt overrasket over hvordan Fagerberg-utvalget ble brukt, for for meg har fagerbergsutvalgsdebatten på mange måter vært motsatt. Det har vært et utvalg som har levert en innstilling, og så har ikke minst vår gode statsråd gått ut og sagt at dette ikke var det innspillet i den viktige debatten omkring forskningens nytte som bl.a. statsråden på forhånd hadde forventet. Her kan statsråden nesten samtlige reaksjoner som er kommet så langt, ikke bare fra forskningsverdenen vår, men også absolutt fra nærings- og samfunnslivet vårt – de understreker det samme. Jeg tok med opp på talerstolen en høringslefse som jeg sjøl har skrevet ut. Der er det, ikke minst fra NHO, men som sagt også fra tunge forskningsmiljøer, sagt at ordet «verdiskaping» knapt nok eksisterer i den 200 sider lange rapporten. Visstnok er det «verdiskaping» knapt nok eksisterer i den 200 sider lange rapporten. Visstnok er det bare to av 200 sider som vier nettopp dette viktige temaområdet oppmerksomhet. Det er synd for alle oss som er opptatt av koblingen mellom FoU – forskning og utvikling – på den ene sida og nytten og gleden og målet og meningen med det på den andre sida. Så, helt til slutt, litt om dette med å spre forskning og høyere utdanning tynt utover. Jeg har ikke

Næringsliv er så mangt, og vi vil jo ha et mangfold og variasjon i næringslivet vårt. Det alminnelige, jordnære, praktiske næringslivet må også framover bli understøttet av forsknings- og utviklingsarbeid. I den sammenhengen har vi satt veldig pris på det de regionale forskningsfondene har utløst av godt samspill mellom politiske myndigheter, lokalt næringsliv

både nå og i fremtiden. For å møte krav om nye og mer klimavennlige løsninger og generelle krav om innovasjon trenger vi en betydelig satsing på kunnskap, forskning og innovasjon. Innovasjon er trolig den viktigste drivkraften for utviklingen av samfunnet. De siste to hundre årene har verden opplevd en økonomisk vekst uten sidestykke i Veksten har medført en økning i levestandarden til et nivå som få trodde var mulig for bare en generasjon siden. Jeg trenger egentlig ikke gå lenger tilbake enn til min egen oppvekst. Denne utviklingen er det nytenkende og innovative sjeler som står bak. Men en nytenkende og innovative sjel blir ikke først nytenkende og i en alder av 25 år, etter å ha fullført ingeniørutdanningen sin på NTNU. De aller fremste på sitt felt har hatt en oppfinner eller innovatør boende i seg helt fra starten av. Det er vår jobb som politikere å legge til rette for at samfunnet tar vare på disse og utvikler de innovative talentene som befinner seg rundt om i landet. Vi bør ta vare på den iboende nysgjerrigheten barn har, og stimulere den, utvikle den og heie den fram – for forskning er i bunn og grunn nysgjerrighet. Hvorfor er ting som de er? Hva kan vi gjøre for å rette opp i feil og mangler? Hvordan skal vi utvikle oss som nasjon? Forskning er helt nødvendig for å få fram nye ideer som næringslivet kan bygge videre på, og som til syvende og sist vil tjene hele nasjonen. Vi vil at denne nysgjerrigheten skal prege skolepolitikken. Vi vil ha en skole som gir lærelyst, en skole som gir en opplevelse av mestring. Skal Norge være et konkurransedyktig kunnskapssamfunn i fremtiden, er vi avhengig av en langsiktig og forutsigbar satsing på utdanning, forskning, innovasjon, nyskaping og entreprenørskap. Jon Lilletun skjønte dette. I 1999 opprettet han Forskningsfondet. Med en fondsstruktur ville han sikre en langsiktighet og forutsigbarhet for forskningen. Siden Forskningsfondet begynte å gi avkastning i 2001, har det spilt en viktig rolle i norsk forskning. Fondskapitalen var i året 2000 på 4 mrd. kr. I 2011 er den på 80 Mens den samlede avkastningen i 2001 var på 203 mill. kr, er den anslått til 3,7 mrd. kr for 2011. Nå vil regjeringen fjerne hele Forskningsfondet og sementerer med det det denne regjeringen dessverre har blitt kjent for, nemlig lanseringen av begrepet «hvileskjær» i høyere utdanning og forskning. Det kan tyde på at Finansdepartementet står sterkt og forskning. Det kan tyde på at Finansdepartementet står sterkt og forskningen svakt i regjeringen. Fjerningen av Forskningsfondet er nok en konsekvens av dette, der forskningen blir skadelidende. Tallknuserne vinner igjen på bekosting av forskningskvalitet og langsiktighet. Kristelig Folkeparti velger en annen linje og står heller i bresjen for å få til en langt sterkere og forutsigbar satsing på høyere utdanning og forskning. Kristelig Folkeparti mener at næringslivet må bygges og at politikernes viktigste rolle er å legge til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for verdiskaping. På den måten kan næringslivet gi trygge arbeidsplasser og overskudd til fordeling til viktige fellesskapsgoder. For vi må ikke glemme at det er det fremtidige, verdiskapende næringslivet som skal bære kostnadene for kommende generasjoner. Økt satsing på forskning og innovasjon er sentrale suksesskriterier

var i gang før middagspausen, var enige om at vi godt kunne fortsatt. Men det fikk vi ikke lov til. La meg prøve å oppsummere min interpellasjon, også siden det har vært en viss pause. Norge ligger på bunnen i Norden bl.a. når det gjelder følgende forhold: Vi ligger på bunnen i Norden når det gjelder European Innovation Scoreboard, som viser de enkelte lands innovasjonsevne. Vi ligger på bunnen i ligger på bunnen i Norden når det gjelder samlet FoU-innsats, både regnet i prosent av bruttonasjonalprodukt og regnet per innbygger. Vi ligger på bunnen i Norden når det gjelder samarbeid mellom norsk universitets- og høyskolesektor, som i Norge er stor og tung. Dette samarbeidet har altså blitt svekket de siste par år. I tillegg kommer at norske bedrifters produktivitet har stått på stedet hvil de siste årene, og at norsk næringslivs FoU-innsats er lavere enn i sammenliknbare land og langt unna regjeringens målsetting, som er på 2 pst. Jeg synes at disse resultatene i sum er urovekkende, og at de viser at noe bør gjøres for å sikre norsk konkurransekraft Man kan naturligvis slå fast at det går bra i dag, men det er jo i dag vi må gjøre de smarte grepene og investeringene som skal sikre at det går bra i morgen. Det er altså morgendagens verdiskaping og morgendagens velferd vi i Høyre er opptatt av. Ikke minst er vi det når vi står oppe i en urovekkende økonomisk situasjon i Europa, som de fleste sier – også med statsministeren i spissen – vil slå inn i Norge og skape problemer for norsk næringsliv. Så hva gjør vi i denne situasjonen? Eller mer presist: Hva vil statsråden for forskning og høyere utdanning gjøre av konkrete tiltak for å bedre situasjonen innenfor sitt ansvarsområde? Jeg synes kanskje ikke at statsråden ga veldig presise svar på det i sitt første innlegg, i den første runden vi hadde, så jeg utfordrer henne altså igjen – ikke på hva vi har gjort, eller hvordan det foregår i dag, men hva hun kan gjøre i fremtiden. Som et par av talerne har vært innom, er det slik at vi skårer bra når det gjelder den offentlige forskningsinnsatsen i Norge. Det kan vi være glad for. Jeg synes det er naturlig. Norge er et rikt land, og vi har råd til dette. Vi burde etter Høyres mening satse enda mer i disse gode tidene. Men problemet vårt i Norge er altså en slags systemsvikt når det gjelder koblingen mellom den offentlige forskningsinnsatsen og verdiskapingen, utviklingen og forskningen i næringslivet. Der er det mye igjen å hente, og det vil jeg igjen utfordre statsråden på. Takk for debatten og nyttige innspill. Jeg er glad for at debatten i

kapital. Hvis vi tar den tanken ett skritt videre og sier at den viktigste kapitalen er nettopp vår kompetanse, vår kunnskap, vår utdanning og forskning, er jeg i grunnen glad for at den erkjennelsen kommer. Vi bør selvfølgelig være gode på den ordentlige kapitalen også. Men jeg ser på kunnskap som en kapital og en viktig investering i framtidig produksjon, framtidig verdiskaping og i et framtidig godt samfunn.

av hvordan vi skårer på de forskjellige delene av forskning, innovasjon og utdanning – og dette er viktig. Erkjennelsen av at dette ikke bare kan måles på én måte, tror jeg vi etter hvert kan være enige om alle sammen. Så spør Warloe: Virker våre strategier? Er våre strategier gode nok, eller er det noe systemsvikt? Jeg tror at å ha et 3 pst.-mål som et langsiktig mål og samtidig ha forskningspolitiske mål som går på tema, en styrking av den frie prosjektstøtten og en viktig motivasjon når det gjelder næringslivets forskning, tror jeg er et knippe av virkemidler vi kan ha også framover. Jeg er blitt bedt om ikke å si noe om hva vi gjør, men hva vi skal gjøre. Vi skal fortsette å ha SFF-er, altså Sentre for fremragende forskning – en meget viktig drivkraft. Vi skal fortsette med FORNY-programmer. Vi skal fortsette med og vi skal i det hele tatt fortsette med de virkemidlene vi har. Vi kan ikke vedta at næringslivet skal forske mer, men vi kan legge til rette, slik at de gjør det. Vi vet også at de forsker, selv om de ikke skårer på noen av disse kriteriene, som egentlig norsk næringsliv ikke passer så godt til. Så helt til slutt: Jeg synes det har vært en særdeles interessant og inspirerende debatt, selv om den ble litt avkortet.

nemlig å sikre muligheten for fortsatt velferd for kommende generasjoner i et trygt og godt samfunn. Sentralt i dette bildet står hva vi kan gjøre for at barn og unge gis de beste muligheter for fremtidig arbeid i et spennende næringsliv, et næringsliv som utvikler seg og skaper verdier. Verdiskaping sikrer velferden, og dermed er dette en god sirkel. Jeg tror det er enighet her i salen om at denne gode sirkelen vil vi ha, og jeg ser derfor fram til en debatt om hvordan regjering og storting i fellesskap kan bidra til dette. Hvordan sikre et næringsliv som er optimistisk, som er i forkant og som fortsatt kan bemerke seg internasjonalt på grunn av høy kompetanse og unike løsninger? Kunnskap og konkurransekraft sikrer velferden, og et bevisst forhold til behovet for kunnskapsrike medarbeidere er derfor helt avgjørende. Jeg er bekymret over alle de tilbakemeldinger jeg får om mangel på medarbeidere med nok fagkunnskap, og om mangelen på søkere til stillinger som krever spisskompetanse og internasjonal kunnskap. Gjentatte ganger har vi debattert handlingsrommet til universiteter og høyskoler. Lenge var det liten forståelse for denne problemstillingen fra departement og politisk ledelse, men etter at Handlingsromutvalget hadde avlagt sin rapport, synes det som om alle parter er enige om at handlingsrommet til denne viktige sektoren er redusert. Det er flere grunner til at det er blitt slik, og jeg skal ikke i denne sammenheng starte en stor budsjettdebatt, men det er viktig at vi tar inn over oss den utfordringen redusert handlingsrom gir. Det skaper en tøff hverdag for alle som arbeider i sektoren, men i første omgang rammer det studentene. Tilbakemeldingene fra studentene er da også at det er dårligere oppfølging av og tilbakemelding til den enkelte student, det er undervisning i stadig større grupper, veiledning skjer sjeldnere, og forskningsdeltakelse for studentene blir nærmest umulig å gjennomføre på en kvalitativt god måte. Det bekymrer meg at tilbakemeldingene er så tydelige på dette, og det må vel klart kunne sies at dette ikke er noen god måte å sikre topp utdanning på. Jeg er bekymret for at dette vil svekke rekrutteringen til noen av utdanningene, og jeg er spesielt bekymret for at vi på denne måten ikke fremstår som attraktive for studenter fra andre land. Studenter snakker sammen, på tvers av landegrensene, og siden Norge har et klart ønske om å tiltrekke seg utenlandske studenter, må vi også ha en strategi for hvordan vi skal sikre et tilbud som er attraktivt, har høy kvalitet og som har et godt renommé. Oppegående studenter er harde dommere. Signalene fra studentene og ansatte ved universitet og høyskoler er sammenfallende og må tas på alvor, og det passer jo godt sammen med vårt ønske om å levere et best mulig tilbud. Jeg er spent på å høre hvilken strategi statsråden At arbeidsgivere i privat og offentlig sektor stadig oftere mangler kvalifisert arbeidskraft og må ansette folk fra en liste søkere der den beste fagkompetansen ikke er til stede, har selvsagt flere grunner. Det kunne vært fremmet flere interpellasjoner omkring det temaet. Det er imidlertid hevet over enhver tvil at vi utdanner for få personer til en del av de yrkesgruppene som strever mest. De offentlige utfordringene er spesielt innen helsevesen og skole, og der er utfordringene store. Jeg har ikke tenkt å ta dette spesielt opp i dag. Det får vi rikelig anledning til å ta opp når regjeringen kommer med sin melding om velferdsutdanningene neste vår. Det er en viktig melding, og det blir et viktig arbeid. Det er imidlertid andre næringer som virkelig sliter, og som over tid har varslet at de på grunn av dette vurderer å flytte virksomheten sin til et annet land der det er lettere å skaffe kompetente medarbeidere. Det er en trussel vi ikke vil ha hengende over oss, og som vi må gjøre noe med.

Kunnskapen har gitt konkurransekraft, kunnskap har gitt oss denne muligheten. Jeg bor selv i en landsdel – Sørlandet – som har en lang internasjonal historie gjennom sjøfart. Rederivirksomhet er fortsatt en stor virksomhet på Sørlandet, men det som virkelig har skutt fart, er leverandørindustrien. Det som har gjort at den tradisjonelle leverandørindustrien til sjøfarten nå skyter er at høyt kvalifiserte medarbeidere har løftet næringen inn som best i verden på løsninger for olje- og gassnæringen til sjøs. Det de selger, er så basert på de kloke hodene at multinasjonale selskaper kjøper opp virksomheter her og er tydelige på at de ikke vil flytte dem, for det er her kompetansen – de gode hodene – er. Det er flott. Slik vil vi ha det, men slik er vi ikke trygge på at det blir. Disse næringene må nå virkelig lete for å finne den kompetansen de trenger. De ser ut til å måtte inngå samarbeid med universiteter i andre land for å sikre rekruttering. Dét er jo ikke galt i seg selv, men hvor er Norges egen satsing på å skaffe den rette kompetansen til landets næringsliv? Jeg har nå nevnt et eksempel på en kompetanseklynge som sliter. Disse har vi mange av. Det er Arena-klynger og det er Det er virksomheter spredt utover hele landet, virksomheter med optimisme og utvikling. Det er gode kunnskapsarbeidsplasser, de skaper arbeid for underleverandører, og de sikrer verdiskapingen over hele landet. Konkurransekraften deres i fremtiden er de gode hodene. Best på kunnskap og kompetanse er et konkurransefortrinn som slår! Vi har et godt utbygd tilbud med fagskoler, høyskoler og universiteter. Vi har studenter som aldri før, men vi greier likevel ikke å utdanne nok av de gode hodene med den rette kunnskapen. Når vi så også sliter med å hente disse menneskene i en internasjonal konkurranse, er det grunn til bekymring. «Norge lykkes ikke i å tiltrekke seg de beste globale talentene. To av tre kunnskapsbedrifter mener aktiv politikk er nødvendig. Regjeringen sover i timen», sier strategisk rådgiver i Abelia, Tarje Bjørgum. Han sier videre:

grenser, i globale forsknings- og kunnskapsmiljøer rundt om på kloden, uten at norske aktører har tette koblinger til talenter, entreprenører og forskere fra disse miljøene. Dette vil være en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv i et høykostland som Norge. Bjørgums bekymringer understreker også behovet for å ha en bevisst strategi for å beholde utenlandske studenter som har valgt å komme til Norge, fullfører sin utdannelse her. Disse studentene er en verdifull ressurs, som vi gjerne vil ha med oss videre. Hva vil vi gjøre for å beholde dem? Jeg forventer ikke at statsråden eller Stortinget skal komme med et hokuspokus-vedtak som løser utfordringene norsk arbeidsliv står overfor når det gjelder å skaffe nok kompetente arbeidstagere, norske eller utenlandske. Det jeg imidlertid forventer, er at vi, før det er for sent, gjør det vi kan for å påvirke og legge til rette for en utdanning som i større grad griper fatt i utfordringen. Det krever at vi har en klar strategi for hvordan vi skal nå slike mål. Hvordan skal vi rekruttere de gode hodene? Hvordan skal vi utnytte de utdanningstilbudene vi har, slik at maritim sektor, olje- og gassnæringen, prosessindustrien, bygg og anlegg og andre næringer kan få god tilgang på nødvendig kompetanse? Hvordan skal offentlig sektor få god tilgang på kvalifisert helsepersonell, de beste lærerne og de beste saksbehandlerne i årene som kommer? Hvilken strategi har statsråden for utviklingen av utdanningsinstitusjonene våre? Til slutt vil jeg minne om utgangspunktet for denne interpellasjonen: Kunnskap og konkurransekraft trygger velferden. Å trygge velferden er det viktigste vi kan gjøre for dem som kommer etter oss. Nå ser jeg frem til en debatt om hvordan vi vil bidra til Økonomisk uro preger arbeidsmarkedet i mange europeiske land. Det viser at den utfordringen som representanten Svein Harberg gir meg, er særdeles viktig. Norge må ha et næringsliv som er dyktig på omstilling og innovasjon. Der er vi helt på linje. Høyere utdanning må svare på det kompetansebehovet som både privat og offentlig arbeidsliv står overfor, både i det korte perspektivet og i det lange perspektivet. Utfordringer må snus til muligheter, og vi må jobbe smartere. Utviklingen i arbeidsmarkedet og næringslivet viser at Norge framover vil trenge flere arbeidstakere med høyere utdanning. Særlig viktig blir realister, teknologer, økonomer, helsearbeidere og lærere. Der tror jeg også vi er på linje – og jeg viser til Harbergs innlegg her nå. Regjeringen har siden 2009 finansiert nesten 7 000 nye studieplasser som ferdig innfaset vil utgjøre en økt kapasitet på bortimot 20 000 nye studieplasser. Disse studieplassene gir institusjonene anledning til å utvikle tilbud der det er nasjonale og regionale behov. Studietilbud i realfag og teknologi rekrutterer færre dyktige studenter enn behovet i samfunnslivet tilsier. Gjennom aktivt arbeid på en rekke områder ser det imidlertid ut som at vi gradvis lykkes med å bedre rekrutteringen på dette området. Treårig ingeniørutdanning kan f.eks. vise til en økning i opptaket for syvende år på rad. Dette er svært gledelig og et godt grunnlag å bygge videre på. Nært samarbeid med næringslivet er Departementet vil følge søkningen til høyere utdanning tett, også i årene framover, for å vurdere behovet for ytterligere studieplasser. Et styrket samspill mellom høyere utdanning og samfunnet rundt gjør at behovene i næringslivet som representanten Harberg viser til, raskere kan bli fulgt opp av universiteter og høyskoler. Mer samspill vil også bidra til økt kvalitet og relevans. Dette gjelder både innen forskning, studietilbud og studieinnhold. Kartlegginger viser mange gode eksempler på samarbeid mellom fagmiljøer og arbeidsliv. Men de samme undersøkelsene sier også at samspillet har vært for personavhengig, for fragmentert og for svakt forankret ved mange institusjoner. Selv om både representanten Harberg og jeg ønsker et sterkere samspill mellom universiteter og høyskoler og samfunns- og arbeidsliv, er det viktig å understreke at våre høyere utdanningsinstitusjoner i dag utdanner gode kandidater. Institusjonene gjennomfører ofte undersøkelser der de spør arbeidsgiverne om hvor tilfredse de er med nyutdannede kandidater. I undersøkelsene til både Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen kommer det fram at arbeidsgiverne er meget godt fornøyde med kandidatene når det gjelder faglig kompetanse, og ikke minst når det gjelder evnen til å møte endringer og å håndtere nye utfordringer. Dette er kanskje en av de beste kvaliteter ved norske arbeidstakere. For å få økt oppmerksomhet om institusjonenes viktige samfunnsrolle har jeg lansert begrepet «samfunnskontrakt». Samfunnskontrakten skal bidra til at akademia og samfunns- og næringslivet får en større gjensidig forståelse for hverandre. Det er ingen motsetning mellom å bevare den faglige uavhengigheten til institusjonene og samtidig samarbeide aktivt med nærings- og samfunnsliv. Institusjonene må på en bedre måte synliggjøre betydningen av kunnskap, kompetanse og kulturen ved institusjonene. Og siden Harberg nevnte sitt eget distrikt spesielt, har jeg lyst til å berømme de nye universitetene for nettopp den evnen de har til å ha en god kontakt med arbeidslivet – det gjelder både Agder, Stavanger og Nordland – på en helt annen måte enn de store, gamle universitetene. Her er det viktig at dette kommer fram, og at disse institusjonene viser hvilken nytte samfunnet har av virksomheten. Samfunn og arbeidsliv må også få et eierforhold til de utdanningstilbudene vi har. Her er det startet opp spennende pilotarbeid i forbindelse med samfunnskontrakten både i nord og på Møre. Dette vil gi nyttig erfaring i å utvikle dette videre. Samtidig er det nødvendig å stimulere til mer strukturerte møteplasser som er forankret i ledelsen, planer og strategier ved institusjonene. Alle institusjoner skal derfor i løpet av 2011 etablere et råd for samarbeid med arbeidslivet og utvikle en strategi nettopp for samarbeidet med arbeidslivet og samfunnslivet. I rådene skal det være representanter fra ulike sektorer. Arbeidslivet må komme med synspunkt på utdanningsbehov og innholdet i utdanningene. Jeg er særlig opptatt av at flere bachelor-grader blir mer relevante sett i forhold til behovene i arbeidslivet. Samarbeid i rådet vil gi mulighet for å legge til rette for nettopp en slik utvikling, og dette vil forhåpentligvis gi økt kvalitet og relevans på institusjonenes tilbud. Rådet kan i tillegg bidra til at utdanningsinstitusjonene gjennom utdanning og forskning i enda større grad bidrar til å utvikle arbeidslivet i en kunnskapsbasert og dynamisk retning. I det hele tatt er samspill og samarbeid helt vesentlige stikkord for å få dette til. Kandidatene som går ut i arbeidslivet, må ha solid faglig kunnskap, endringskompetanse og vilje til å møte og løse nye utfordringer. Det er institusjonene som har hovedansvar for kvaliteten i utdanningene – og for å si det rett ut: Det er studentene selv som tar valgene. Men vi må jo prøve å motivere dem til å ta gode valg. Alle institusjoner må derfor ha strukturer og systemer som sikrer at utdanningene er forskningsbaserte og relevante. Flere institusjoner har imidlertid trolig et bredere forsknings- og utdanningstilbud enn det er faglig og økonomisk grunnlag for. Høy kvalitet på utdanning og forskning forutsetter at universiteter og høyskoler har robuste fagmiljøer med en tydelig profil. Derfor har jeg lagt vekt på at den enkelte institusjon forsterker det faglige administrative samarbeidet for å oppnå en tydeligere arbeidsdeling og faglig konsentrasjon, det vi kaller for SAK – samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon. Jeg har tildelt 50 mill. kr til slike SAK-prosesser i 2010 og 2011, og foreslår tilsvarende i 2012. I tillegg har Norges forskningsråd en rekke virkemidler som bidrar til SAK, f.eks. nasjonale forskerskoler. Et annet tiltak som vil styrke kvaliteten på kandidatene og bedre overgangen mellom høyere utdanning og arbeidsliv, er innføring av det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Kvalifikasjonsrammeverket beskriver det læringsutbyttet som det forventes at alle kandidater skal ha ved endt utdanning, bl.a. når det gjelder kjennskap til Et av målene med dette er å gjøre det enklere for arbeidsgiver å være kjent med kandidatens kompetanse etter fullført utdanning. Åpne institusjoner er avgjørende for raskt å kunne møte endrede behov i næringslivet. Gjennom Kvalitetsreformen fikk universiteter og høyskoler økt frihet knyttet til faglige, økonomiske og organisatoriske spørsmål. Utviklingen mot mer selvstendige institusjoner skal fortsette. Men samtidig er det nødvendig at institusjonene benytter det betydelige handlingsrommet de faktisk har, innenfor gjeldende rammer. En liten bemerkning til Handlingsromutvalgets rapport som vi alle er sammen om å følge opp, for der var det pekt på både de utfordringene som staten og regjeringen har, men også på de utfordringene som institusjonene har selv. Det er prisverdig å se at flere av våre universiteter nå er i gang med å utrede sitt eget handlingsrom for å gjøre det enda bedre. Kvalitetsmessig bedre institusjoner, bedre utdanninger og bedre forskning vil kreve vilje til klarere prioritering og dermed også god ledelse fra institusjonenes side. Et nytt nasjonalt grep for å øke institusjonenes handlingsrom er revideringen av mål- og resultatstyringen. Omleggingen medfører en vesentlig delegasjon fra departementet og til institusjonene. Virksomhetsmålene som departementet fram til nå har satt, blir fjernet. Disse skal nå den enkelte institusjon selv utarbeide. Dette vil gi det enkelte universitet og den enkelte høyskole større handlingsrom, og gi mulighet for å utvikle strategier og tilbud som er tilpasset institusjonens profil. Jeg håper at institusjonene utvikler sine mål i samarbeid med sine samarbeidspartnere, og at vi på den måten får gode og relevante utdanningstilbud og kandidater som er ettertraktet i arbeidslivet. Til slutt vil jeg trekke fram betydningen av etter- og videreutdanning som avgjørende både for å gi virksomheter medarbeidere med oppdaterte kunnskaper og ferdigheter, og for å gi den enkelte trygghet i arbeidslivet. Det er derfor viktig at det legges til rette for fleksible utdanningstilbud på høyere utdanningsnivå, organisert både desentralisert og som fjernundervisning. For å bygge ut og oppgradere IKT-infrastrukturen ved institusjonene er det satt av 12 mill. kr til å utvikle prosjektet eCampus i 2012. En felles infrastruktur vil gi etter- og videreutdanningsstudenter enklere tilgang på studietilbud av høy kvalitet i alle deler av landet. Samfunnet og næringslivet må ha tillit til den utdanningen kandidatene får. Denne tilliten oppstår ved at institusjonene leverer gode kandidater med relevant kompetanse for det arbeidslivet de skal ut i. Dette krever at institusjonene har gode rutiner for å utvikle kvalitet. I tillegg må det etableres faste møteplasser med arbeidslivet. Gjennom utveksling av erfaringer og utarbeidelse av strategier man kan stå sammen om, mener jeg både samfunnet og utdanningsinstitusjonene kan utnytte det beste hos hverandre, og at tilliten også blir gjensidig og dermed et utgangspunkt for å få til det som både Harberg og jeg er enige om: God kvalitet på de studentene vi utdanner, og studenter som har en kompetanse som passer med de ønskene og kravene som arbeidslivet

ja, det er ikke nødvendigvis bare positivt – at vi er bedre på kunnskap enn på kapital. Men så var det så fint at kunnskapen er vår kapital, det er vi helt enige om. Det er derfor vi roper et lite varsko når vi ser at den kapitalen kanskje er truet, og den posisjonen og det virkemiddelet den kapitalen kan være, er truet. Da må vi være på hugget. Så er det riktig når statsråden utfordrer samarbeidet mellom institusjonene og næringslivet. Det er en utfordring. Dette snakker vi om i omtrent alle debatter der vi snakker om hvordan høyere utdanning skal utvikle seg. Likevel ser vi at det ikke er alle steder vi får dette til å fungere. Statsråden nevnte selv de nye universitetene. Jeg vet bl.a. at prosessen med å bli universitet på Sørlandet og samarbeidet med næringslivet om det, gjorde at vi fikk mekatronikkutdanningen, f.eks. Det viser at det går an å utvikle nye ting. Utfordringen vår er at det dukker opp nye ting som vi trenger utdanning i etter som hvordan disse industriene utvikler seg. Jeg vet bl.a. at mange av næringsklyngende nå føler et sterkt behov for å få Mange av leverandørnæringene driver service og leverer deler og tjenester over hele verden og sliter med selve logistikkompetansen i virksomhetene sine. Det er andre slike tilleggskunnskaper som en må få inn. Senest i dag har jeg hatt møte med en høyskole som har satt i gang et prøveprosjekt på en utdanning, og som nå vil gjøre det permanent, men som ikke har kommet med i tildelingen av plasser. Høyskolene kan jo ikke bare hive seg rundt, dvs. de kan gjøre det, men de får ikke finansiering til det. Der bør vi kanskje se om vi kan finne bedre løsninger for å imøtekomme høyskolene når de ser at her er det en næring som har behov for noe, vi har kompetanse til å løse det, vi vil gjøre det sammen med næringen, men vi trenger finansieringen. Uansett tror jeg at det blir enda viktigere med en tydelig politisk ledelse som sier hva vi vil, hvor vi vil, og som også følger det opp i budsjettene. Men den debatten skal vi ta om et par uker. For å si hva vi vil – vi vil ha utdanning av studenter med høy kvalitet. Og

som er ettertraktet og etterspurt, men at det også i utdanningssammenheng og i studenttiden er en personutvikling – vi kan godt kalle det dannelse, vi kan kalle det en måte å bli utviklet som person på – slik at man kan håndtere de situasjonene som man som arbeidstaker eller senere som leder kommer inn i. Det er viktige mål ved våre utdanningsinstitusjoner.

som regjeringen har bevilget – vi har ikke et stykkprissystem i Norge – kommer i tillegg til det utgangspunktet som høyskolene hadde, og gir muligheter til f.eks. å utdanne flere innenfor ingeniørfag, flere innenfor læreryrket og flere innenfor helsefag. Det er de prioriteringene regjeringen har gjort, og det viser en tydelig retning for hva regjeringen mener er viktig. Jeg deler ikke helt den veldig store bekymringen som Harberg gir uttrykk for. Det er klart vi har noen utfordringer, men vi har gode tilbud, og vi har som sagt gode tilbakemeldinger fra arbeidslivet om hva kandidatene kan når de kommer ut. Det som jeg tror vi må være sammen om framover, er å tenke på hvordan vi skal finne den gode balansen mellom den selvstendigheten som høyskoler og universiteter har til å bestemme hva de vil utdanne til, og hva slags faglig grunnlag og faglig profil de vil ha, og hva det er arbeidsliv og næringsliv etterspør – kombinert, selvfølgelig, med studentenes egne valg. Som jeg var inne på i mitt forrige innlegg, er faktisk studentenes valg som er ganske avgjørende for mange av de tilbudene som eksisterer, men vi kan jo motivere studentene til å velge f.eks. ingeniørfag, lærerfag eller helsefag nettopp ved å prioritere det, slik som regjeringen har gjort. Jeg tror vi langt på vei er enige både om målene og om retningen. Her er det mer et spørsmål om hvordan vi klarer å få dette til uten at det blir dårligere kvalitet, for det kan det ofte bli hvis man tar inn for mange

gode balansene og et godt samspill mellom institusjonene og samfunnet rundt. Samtidig som eg vil gi ros til interpellanten for invitasjonen til ein særdeles aktuell debatt, vil eg slå fast at i Noreg opplever me eit næringsliv som er sterkt prega av å vera kompetansebasert og ha ei optimistisk framtidstru. Me har eit konkurranseutsett næringsliv med stor omstillingsevne og som på mange område faktisk er i front globalt sett. På Vestlandet rår igjen optimismen i næringslivet, og det lovar godt for landet. Det var nemleg slik at i dei fleste sektorane i næringslivet i Hordaland og i Sogn og Fjordane var det ein kraftig nedgang under finanskrisa i 2009. Det var ein nedgang som blei følgd av ein forsiktig

det inneverande året. Medan det i 2010, altså i fjor, i stor grad var dei tenesteytande næringane som hadde sterkast tru på framtida, syner årets resultat av Næringsbarometeret for dei to fylka at også industrien og bygg og anlegg har gode tider. Store delar av sentrale næringar som verkstadindustrien og skipsverftsindustrien melder om betra marknadsutsikter og ein auke i ordretilgangen. Nærmare 80 pst. av bedriftene reknar med stabil eller betra lønnsemd, og kvar fjerde bedrift planlegg å auka investeringane dette året. Forsamlinga får ha meg tilgitt for at eg heile tida viser til Vestlandet, men det er fordi utviklinga på Vestlandet er ein god indikator for utviklinga i landet. Vestlandet er kjenneteikna av å ha eit svært utovervendt næringsliv, og og dei store globale endringane som ofte kjem, merkar ein difor først der. Sogn og Fjordane hadde den lågaste arbeidsløysa i landet, med 2,3 pst. av arbeidsstyrken registrert som heilt utan arbeid, mot 2,9 pst. på landsbasis. Men nærmare ⅓ av bedriftene i undersøkinga melder at dei har problem med å rekruttera relevant arbeidskraft. Av desse seier halvparten at dei ville hatt fleire tilsette dersom det hadde vore betre rekrutteringstilgang. Mangel på nok arbeidskraft med høg kompetanse er altså ei av dei store utfordringane våre. Noreg er med andre ord i ein unik situasjon. Men dette bakgrunnsbiletet bør koplast til det faktum at Noreg må ta høgd for at den nye økonomiske krisa som i desse dagar råkar mange europeiske land, nok vil nå Noreg på eit tidspunkt om ikkje altfor lenge. Noreg må møta framtida med fleire arbeidstakarar med høg utdanning. Difor blir utdanningsinstitusjonane våre dei viktigaste kryssingspunkta våre for å sikra arbeid til alle og gode velferdstenester. Sjølv om institusjonane i UH-sektoren stort sett gjer ein god jobb, er fråfallet i høgare utdanning alarmerande høgt.

I dette perspektivet vil eg også nemna kvalifikasjonsrammeverket. Det handlar om at innan utgangen av 2012 skal alle institusjonane ha implementert dette kvalifikasjonsrammeverket for den høgare utdanninga. Det vil bety at me får ei tydelegare klargjering av kva læringsutbytte ein får på dei ulike nivåa i utdanninga. Dette vil altså bidra til at arbeidsgivarane på ein god måte blir kjende med kva kompetanse ein god måte blir kjende med kva kompetanse ein kandidat har etter utdanninga si. Jeg har notert meg at representanten Bremer var opptatt av det sterke og utadrettede næringslivet på Vestlandet. Han nevnte ikke i samme slengen den åpenbart kulturelt betingede – og sunne, må jeg si – skepsisen mot sentralmakten og det å betale skatt, som Han nevnte ikke i samme slengen den åpenbart kulturelt betingede – og sunne, må jeg si – skepsisen mot sentralmakten og det å betale skatt, som man også er kjent for på Vestlandet. Det er bra at jeg fikk tatt opp det. Det er ikke så ofte jeg sier så veldig mye positivt om EU fra denne talerstolen – eller fra noen annen talerstol, for den saks skyld. La meg begynne med å si: Hadde det ikke vært for krisen i EU nå, som gjør at vi kan rekruttere men også høyt utdannet teknologisk kompetanse fra land som Italia og til dels Spania, så hadde den krisen, som jeg tror vi må kunne si at vi har i en del næringer i Norge, vært enda tøffere å håndtere. Så er det ikke sånn at den teknologimangelen som man har i store deler av norsk næringsliv, bare rammer næringslivet. Den rammer også i stor grad kommunene, ikke minst på Vestlandet, hvor næringslivet faktisk står ganske sterkt, og hvor flere og flere kommuner har ubesatte stillinger med krav om teknologisk kompetanse. Så er det sånn at det er noen studenter som kommer hit, og som reiser frivillig hjem. Det skulle vi selvfølgelig, som interpellanten var inne på, ha gjort noe med. Så er det også sånn at noen studenter, f.eks. fra u-landskvoten, blir tvangsreturnert hjem etter endt utdanning. Det er klart at hvis du kommer fra Somalia og reiser til Trondheim og tar en mastergrad i geofysikk, Så er det også sånn at noen studenter, f.eks. fra u-landskvoten, blir tvangsreturnert hjem etter endt utdanning. Det er klart at hvis du kommer fra Somalia og reiser til Trondheim og tar en mastergrad i geofysikk, er det et rimelig begrenset arbeidsmarked i Somalia for den type kompetanse. De reiser ikke hjem for å bygge opp Afrika. De reiser til Canada for å bygge canadisk næringsliv og industri. Her mener jeg at vi kanskje kunne tatt en debatt om hvordan vi i større grad kan utnytte også den

Man kan si mye positivt om landets framtid, men om de er kvalifisert til å gjøre denne type strategiske vurderinger, er jeg litt tvilende til og mener nok at man kanskje må vurdere sterkere insitamenter overfor sektoren, for å få orden på dette.

ikke innebærer at vi nå får åtte like universiteter – størrelsen kommer nok ikke til å bli lik, uansett hva man måtte mene om det – men at profilen blir lik. Jeg håper vi vil se at universitetene utvikler seg i forskjellig retning, at de to breddeuniversitetene vi har her i Sør-Norge, fortsetter med det, men at de andre i større grad velger en klar og tydelig profil på det de skal gjøre. Jeg håper at både Stortinget og statsråden vil følge den men at de andre i større grad velger en klar og tydelig profil på det de skal gjøre. Jeg håper at både Stortinget og statsråden vil følge den i fellesskap. Så sa interpellanten at det ikke er noe hokuspokus. Det er vel kanskje ikke et veldig parlamentarisk begrep, men det må jo presidenten vurdere, som sagt. Prerogativene til presidenten skal man ikke tulle med. Men det er i noen grad litt

eller hokuspokus, så jeg skal holde meg innenfor den parlamentariske ordlisten. Hvordan sikre næringslivet tilgang på kunnskapsrike og kompetente medarbeidere, for slik å styrke konkurransekraften? Det er spørsmålet. Spørsmålet er betimelig, og det er på sin plass å takke interpellanten for både temavalg og vinkling. Den norske offentlige debatten om kunnskap har det siste tiåret endret seg. Den har endret seg fra å dreie seg om hvordan man skulle unngå å snakke om kunnskapsnivået til elever og studenter, i fare for at man kunne stigmatisere den eller de som ikke presterte likt med gjennomsnittet, til at vi ved hjelp av innføringen av Kunnskapsløftet flyttet debatten til at vi nå har lov til å diskutere hva elevene kan, og hva studentene kan. Vi kan til og med spørre om norsk utdanningssektor skaffer de kompetente unge menneskene, med den kunnskapen vi trenger, uten at vi blir arrestert for det.

Vi liker å smykke oss med vår gode plassering i FNs kåring av levestandard. La én ting være helt klart: Vi beholder ikke den posisjonen uten at vi tar mål av oss til å være best på kunnskap. Høyre mener vi må ha noen prinsipper på plass. Vi må måle deltakelse, gjennomføringsgrad og kunnskapsnivå i utdanningssektoren, og så må vi forbedre oss på de områdene der vi gjør dårlige målinger. Eksempel på hva vi kan forbedre, er, som det har vært nevnt nå, oppslutning om realfagene, for hvis vårt næringsliv skal ha et fortrinn, avhenger det av at vi har folk som behersker disse. En tett symbiose mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner gir gode indikasjoner på at vi utdanner de riktige fagpersonene. Det handler om relevans. Eksemplene på at det er hull i utdanningsstigen, finnes. Utdanningen av russiskspråklige i Nord-Norge er ett av flere eksempler. Her mangler samsvar mellom ambisjonene til grunnskole, videregående skole og eksempler. Her mangler samsvar mellom ambisjonene til grunnskole, videregående skole og høyskolenivå. Dette gjør at det ikke er tilstrekkelig med kandidater gjennom hele løpet, og samfunnets behov for språkkyndige oppfylles ikke – dette til tross for at vi har en forholdsvis ambisiøs nordområdestrategi, som løfter akkurat denne typen utdanning frem som noe av det viktigste vi gjør, men vi evner ikke å gjennomføre. Et annet viktig prinsipp er private aktørers deltakelse i nasjonale forskningsprogrammer. Det vil styrke forskningssektoren i Norge – både kvalitet, bredde og fleksibilitet. Her får Høyre ofte kritikk fra venstresiden for at vi skal privatisere all forskning. Det er feil. Vi vil sikre kvaliteten, relevansen og mangfoldet i forskningen. Sist, men ikke minst, må vi se på norsk næringslivs evne til å konkurrere mot utlandet. Dette punktet er premissleverandøren for debatten om nasjonal konkurransekraft i en global kunnskapsøkonomi. Vi er for lengst kommet inn i tidsalderen som heter kunnskapssamfunnet. Det betyr, etter Høyres mening at vi foredler den kompetansen vi har med oss etter at vi levde i industrisamfunnet. Vi foredler den ved hjelp av ny kunnskap. Slik evner vi å bruke en kompetent befolkning og ny kunnskap til å omstille oss, slik at vi skårer høyt på levekårsstatistikkene også i fremtiden. Det er fremtiden vi snakker om. Når vi fra talerstolen også diskuterer studenter som kommer til Norge, er problemstillingen akkurat like ens. Vi må ha et utdanningsløp som sikrer at vi utdanner unge mennesker til kompetent arbeidskraft, uavhengig av om de reiser ut av landet eller ikke. Det får vi gjøre noe med på annet vis. Men et utdanningsløp og en utdanningssektor som skaffer den kompetansen vi trenger – det er det spørsmålet det hele koker ned til. Da skaffer vi oss den konkurransekraften vi

«dyrest og best». Han brukte det som en inngang til å få fram det poenget at vi framover må regne med – det har flere vært inne på – at Norge vil være et høykostland, og den eneste måten å overleve som høykostland på er å være best. Det er en god og ærlig tilnærming til den debatten vi har her i dag.

Landsforening. Det viser på en veldig god måte at det er mange grupperinger som, veldig rett og riktig, er på jakt etter å få prate med oss for å få fram det store problemet som er knyttet til at det blir knapphet på god arbeidskraft. Et bidrag i denne debatten som ikke er nevnt ennå, er at det sannsynligvis er et stort, uutnyttet potensial i den voksne i den voksne befolkningen vår, og ikke minst den voksne delen av innvandrerbefolkningen. Mange undersøkelser viser at det er mange mennesker der ute, de fleste av dem i arbeid, som absolutt kan ønske seg noe videreutdanning, enten foredle den de allerede har, eller kanskje begynne på noe helt nytt. Den utdanningen må være lett tilgjengelig, og i stor grad må den gis i arbeidssituasjonen og der de bor.

men det er et mer attraktivt land å studere i, ikke minst på doktorgradsnivå. Men da oppstår gjerne den utrivelige situasjonen at de i stor grad, enten tvangsmessig eller – først og fremst – frivillig, drar hjem igjen. De ønsker ikke å bosette seg her i landet. Det finnes mange årsaker til det, men jeg tror faktisk det er det jeg skal kalle, med mitt samfunnsplanleggingsspråk, bosettingsattraktivitet altså at Norge blir et attraktivt samfunn å bo og jobbe i for hele familien. Der mener jeg vi er på god vei og gjør mange riktige ting utenfor det som er ansvarsområdet til kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, nettopp at vi bygger opp en infrastruktur som gjør at her er det mulig å leve det moderne liv med små unger, og samtidig ha en yrkeskarriere, Det vil gjøre det lettere for oss å beholde en slik kompetent arbeidskraft. Så tror jeg eierskapspolitikk, som jo er et viktig og interessant tema som vi om en stund skal diskutere grundigere her i salen, også er viktig. Vi må beholde interessante bedrifter som etterspør den type kompetanse. Helt til slutt har jeg lyst til å si litt generelt om de siste års utvikling i skolen. Jeg vet at Kristin Halvorsen uttrykte dette på følgende måte: Det kan ut fra visse innlegg som kommer i den politiske debatten, se ut som om norsk skole er helt håpløs, når vi ser på hvordan 12-åringene, 15-åringene og 16-åringene skårer på undersøkelser. Men når vi møter de samme igjen som 20-åringer, er de plutselig blant de beste, nettopp på grunn av at de har en modenhet, en sjølstendighet og en kreativitet som ikke minst det nye næringslivet vil etterspørre.
Neste taler er representanten

dette mener jeg at noe av svaret på det er – som det er blitt sagt av flere – et tett samspill mellom næringslivet, universitetene og høyskolene. Store deler av næringslivet ser i dag behovet for langsiktig kunnskapsutvikling og forstår betydningen av et effektivt samspill mellom utdanningsinstitusjonene og næringslivet – der også mange av dem er viktige og aktive støttespillere. Det er positivt. Jeg leste med interesse Abelias rapport «Honningkrukken Norge?» der fokus er «de kloke hodene» – at kunnskapsmedarbeidere og talenter er del av et globalt arbeidsmarked. For å vokse i Norge kreves det derfor ikke bare at vi utdanner våre egne ungdommer, men vi trenger også en tilførsel av høy kompetanse. Kunnskapsnæringen sysselsetter i dag over 500 000 personer og er den største sysselsetteren i privat sektor. Denne næringen er sentral fordi den også er viktig for andre næringer i Norge. Som nevnt i starten av innlegget mitt: Næringslivet og utdanningsinstitusjonene må samarbeide, men også bedriftene må samarbeide og utveksle kunnskap – det ser vi mange plasser i landet, og det er veldig bra – samtidig som mye handler om en aktiv politikk og tiltak i regi av regjering og myndigheter. Jeg kommer fra en del av landet der næringslivet, ikke minst den maritime næringen, allerede er internasjonalt orientert, og det jobbes mot utlandet for å skaffe arbeidskraft. Vi ser også at antall utenlandske studenter øker på Høgskolen i Ålesund, og slik er det også i andre I rapporten fra Abelia leser vi at kunnskapsinnvandring må bli en del av næringspolitikken. Jeg synes det er en interessant tanke. Skal vi få tilgang på utenlandsk arbeidskraft, må det bli attraktivt å komme til Norge. Oslo Global Mobility Forum arbeider akkurat med dette for å finne ut hva som kreves for at kunnskapsmedarbeidere skal komme til Norge, og hva som skal gjøres for at de ønsker å bli her. her. Vi må selge Norge som et attraktivt sted å bo, jobbe og etablere virksomhet. Vi har et stykke vei å gå før vi kommer i mål. Langt mer enn det som blir gjort i dag, må derfor gjøres. Ikke minst må Innovasjon Norge komme sterkere på banen. Vi må gjøre det norske samfunnet mer internasjonalt orientert. I Ålesund, som jeg kjenner best, etableres det nå en internasjonal skole, et tilbud til både barn og unge som imøtekommer de utenlandske familienes behov. Det er som oftest ikke bare ett familiemedlem som kommer. Derfor er det nødvendig med mange og varierte jobbmuligheter tilpasset høyt utdannede tokarrierefamilier. I tillegg må bomiljøene oppleves som attraktive. Barnehagetilbud, kulturtilbud, gode skoler, variert idrettstilbud og rekreasjonsmuligheter blir tillagt stor betydning når familier og enkeltpersoner velger et bosted. Et samfunn kjennetegnet ved åpenhet, toleranse og gjestfrihet vil også være sentralt for å gjøre det attraktivt for personer fra andre land og kulturer å studere, bo og jobbe i Norge. Til slutt: Det må settes en stopper for at norske kompetansemiljø flytter ut av Norge for å etablere seg der kompetansen er. Den trenden må snus. Det må bli mer attraktivt å være og å etablere seg i Norge. Vi må sørge for at Norge blir et så attraktivt land å bo og jobbe i at de 15 000 utenlandske studentene som står for 25 pst. av alle norske doktorgrader, blir i landet. Det er kanskje vel optimistisk, for i dag – dessverre – reiser flertallet av de utenlandske studentene ut av landet etter endt eksamen. Da har vi gitt dem en utdannelse – det er bra, det – for å la dem konkurrere mot oss i neste omgang. Det er ikke fullt så bra. Denne snuoperasjonen må vi få til. Det er mulig å få det til, men da trengs det en aktiv politikk på ulike politikkområder, de kreative tankene må komme fram, og mer målrettede strategier og aktive tiltak må på plass.
så vidt det holdt, da Tor Bremer hadde sitt innlegg, før jeg reiste meg og sang «Å Vestland, Vestland», men jeg greide å holde igjen. Representanten Aksel Hagen viste til at han hadde hørt om bedriften som reklamerte med «dyrest og best». Hvis jeg ikke tar feil, har samme bedriftsleder blitt årets entreprenør. Det han har satset enorme ressurser på, er å rekruttere – ha et stort rekrutteringsgrunnlag – og å ta vare på de ansatte. Det er hans nøkkel til suksess. Det er bare med på å understreke at når vi har gode medarbeidere, gode folk, kan vi være best. Ja, det er en utfordring å få folk til å bli. Kanskje vi må til med visningsturer. Det var noe som slo meg: Da det var noen tilsyn som ble flyttet rundt om i landet – til Sørlandet skulle Post- og teletilsynet reise – var vi altså fem ordførere som slo oss sammen, og sa at nå må vi fortelle noe om landsdelen vår. Vi reiste til Oslo, snakket med dem og presenterte oss. Vi inviterte dem på visningsturer til Sørlandet, og det gikk bra. Det har vært oversøkning til stillingene, og kanskje må vi gjøre konkrete, bevisste tilbud også når det gjelder utenlandsstudentene. Her er det mange attraktive bosteder, mange attraktive arbeidssteder. Dem må vi fortelle om og ha et bevisst forhold til. Så bare et svar til Tord Lien, som savnet strukturdebatten: Det var helt bevisst at jeg ikke brukte ordet. Jeg tror ikke dermed Tora Aasland tror jeg har glemt det, for det har jeg spurt etter så mange ganger. Jeg hadde jo et par skjulte spørsmål: Hvordan skal vi utnytte de utdanningstilbudene vi har? Og hvilken strategi har statsråden for utviklingen av utdanningsinstitusjonene? Det lå en liten invitt der til også å tenke struktur i forhold til det, men jeg skal love at dette skal vi komme tilbake til. Jeg har lyst til å si takk for debatten. Den har vært konstruktiv. Det som gjør meg optimistisk, er at det virker som om det er stor enighet om virkelighetsbeskrivelsen. Vi ser at vi har mye bra, vi ser at vi kan gå inn i noen nye utfordringer, og vi er enige om å gripe fatt i dem. Så skal vi passe på, være på hugget og pushe på, slik at vi får gjort konkrete tiltak for å møte det

men også være opptatt av hva slags innhold og hvilken kvalitet vi gir i utdanningen. Så både struktur og innhold må være de linjene vi fører debatten videre etter. Jeg har bare lyst til å komme med noen Når det gjelder vår utvikling av tenkingen omkring samfunnskontrakt, og for så vidt utfordringene fra bl.a. Tord Lien, er mitt klare mål med det at der skal mangfoldet få rom. Vi har ganske mange høyere utdanningsinstitusjoner i Norge. Vi har fått mange indikasjoner på, ikke minst i Stjernø-utvalgets rapport, at vi har litt for mange sårbare. Denne regjeringen har da valgt å stimulere til faglig styrking gjennom SAK, altså samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon, og i forlengelsen av det – samfunnskontrakt. Gjennom SAK kan man styrke sitt grunnlag både for forskning og for utdanning. Gjennom en utvikling av samfunnskontrakt kan man finpusse sin regionale profil, f.eks. som noe av de tre nordnorske fylkene er sammen om i vårt arbeid der med samfunnskontrakten, og de tre høyskolene i Møre og Romsdal, som er de som vi foreløpig har satt i gang en prosess for. Dette er spennende, fordi man er forskjellig. Representanten Harberg etterlyste kompetanse innenfor logistikk. Jeg kan fortelle at på Høgskolen i Molde har de doktorgradsutdanning i logistikk, og jeg tror dette er et fag som sikkert kommer mange andre steder også. Men her er jeg veldig åpen for muligheter for samarbeid på tvers av både geografi og andre barrierer som måtte være der. Vi har som mål å bli sterke, vi har som mål at det skal være et tilbud der hvor vi har høyskoler, universiteter og kompetansemiljøer i dag, og det er bare snakk om å legge godt til rette for det. Når det gjelder debatten om utlendinger og det å få dem til å bli i Norge, har jeg lyst til å snu litt på det og si at når vi sender norske studenter til utlandet, er det selvfølgelig greit at de blir der – noen gjør jo det – men vi synes jo det er all right å få dem tilbake. Jeg ser på det på den måten at når vi gir utenlandske studenter utdanning her i Norge, er det fint at de har med seg noe om Norge når de eventuelt reiser tilbake til sine respektive land, og det er fint at de har med seg sitt lands kultur og levemåte når de eventuelt blir i Norge.

tar opp. Han har tatt